i skatteregnskapet. Derfor bør avskrivningssatsen økes fra 4 til 8 pst., slik at det blir samsvar mellom verdifall og avskrivningssats. Dermed vil om lag 90 pst. av avskrivningene kunne skje i løpet av en 30-årsperiode, og vi kommer mer på linje med det som er forholdene i Sverige og Danmark. Det er også slik at skattetrykket for inntekter som reinvesteres i næringen, er det urimelige forhold for sjølstendig næringsdrivende. Gjennom den løpende beskatningen av enkeltpersonforetak er det sammenlignet med aksjeselskapene vanskeligere å finansiere framtidige investeringer med egenkapital. En uheldig konsekvens av skattereformen er skattlegging av realisasjonsgevinster som personinntekt. Dette betyr at en betydelig mindre andel av inntektene fra realisasjoner kan reinvesteres i virksomheten, og i naturlig sammenlignbare land er det ikke naturlig å bruttobeskatte inflasjonsgevinsten. Konsekvensen av denne omleggingen er for lite drøftet i gjennomføringen av skattereformen, og vi håper at det er noe som en kan se nærmere på, bl.a. fordi ved salg av hus er gevinsten skattefri dersom du har bodd der over en viss periode. Tilsvarende er det jo et gjentakende poeng knyttet til beskatning ved ekspropriasjon, hvor det er vesentlig å drøfte om ikke det bør likebehandles med reglene for betinget skattefritak ved realisasjon av festet tomt. Tilhørende har vi den varige debatten omkring fritak for formuesskatt ved arbeidende kapital. Det er driftsmidler som ikke gir arbeidsfri inntekt, og bør derfor fritas

10 pst. av denne skatten kommer jo fra landbruket. Så jeg hadde egentlig tenkt å spørre representanten Lundteigen om han virkelig var så fornøyd med de grep som var tatt, og om han er fornøyd med at formuesskatten på mange måter er blitt en beskatning av kapitalen i næringslivet.
Det er godt at jeg kan oppklare den misforståelsen. Det som jeg sa om formuesskatten, var at det er bra at vi har greid å få økt fribeløpene i formuesskatten. Det er en stor, stor forbedring, og det er til de grader i henhold til formuesskattens intensjon, nemlig at enhver borger bør etablere en viss formue for dermed å ha en tryggere situasjon framover. Når vi så kommer inn i spørsmålet om formuesskatt på arbeidende kapital, er det et spørsmål som drøftes kontinuerlig, og det er ulike vurderinger av hva som er rett å gjøre på det punktet. Senterpartiets standpunkt er at det er urimelig å pålegge formuesskatt på driftsmidler som ikke gir en arbeidsfri inntekt. For det er det som er hele poenget med formuesskatt, nemlig ekstrabeskatning av arbeidsfri inntekt. Dermed er det også riktig å formuesskattlegge aksjer og obligasjoner, for de kan bare gi arbeidsfrie inntekter.
Heving av fribeløpene er nevnt mange ganger. Men det kom jo i forbindelse med innføring av nytt boligskattesystem, og fribeløpene ble ikke inflasjonsjustert ved første mulighet. Så opposisjonens frykt for at dette bare er en langsiktig plan for å øke beskatningen der, tror jeg står ved lag. Men så noterte jeg meg også at representanten Lundteigen i sitt innlegg hadde en gjennomgang av bl.a. realisasjon av verdier for selvstendig næringsdrivende, som jo beskattes som personinntekt. Den samlede opposisjonen har jo en merknad om akkurat denne problematikken i innstillingen. Jeg undres på hvorfor ikke et regjeringsparti som Lundteigen representerer, også gikk inn på den merknaden, for det var jo nettopp den bekymringen vi ønsket å påpeke at her er det urimeligheter i hvordan man beskatter bl.a. skog ved realisasjon. Når det gjelder formuesbeskatningen, og deri boligbeskatningen, står vi overfor noen krevende prinsipielle avveininger. Det som er den norske boligtradisjonen, er at det å eie sin egen, nøkterne bolig skal skattesubsidieres. Det står fjellstøtt i Senterpartiet. Det står derimot ikke støtt i Senterpartiet at de som investerer i bolig – bruker boligen som et investeringsobjekt – skal skattesubsidieres. Tvert imot – de bør beskattes likedan som andre som investerer i andre investeringsobjekter. Når det så gjelder realisasjon og reinvestering, sa jeg i innlegget mitt at det er et spørsmål som regjeringa bør se nærmere på, bl.a. spørsmålet om beskatning av ekspropriasjonsgevinster, som med all tydelighet etter vår vurdering bør likebehandles med beskatning av gevinster i forbindelse med festetomter.
er omme. Venstre vedkjenner seg på alle måter skattereformen fra 2006. På mange måter var skattereformen nærmest Venstres skattepolitikk i stort: et enklere og flatere skattesystem med lik svært urettferdige delingsmodellen som Venstre hadde kjempet mot i over ti år, ble endelig fjernet. Det er imidlertid enkelte sider ved skattereformen som enten ikke har blitt fulgt opp eller har vist seg ikke å være så hensiktsmessig. Jeg tenker selvfølgelig på at en viktig premiss for hele reformen fra vår side var at formuesskatten skulle gradvis avvikles, og jeg tenker på skattereglene for siste er en gruppe som uheldigvis og litt tilfeldig har kommet dårligst ut av de store reformene om skatt og pensjon, og som jeg håpet at vi på skattesiden hadde ordnet opp i i dag. Nå er mye allerede sagt om formuesskatten. Venstre er jo ikke den ivrigste forkjemper for avvikling av formuesskatt på såkalt arbeidende kapital. Vi deler de innvendingene som har kommet om at det er vanskelig å fastsette en definisjon av hvilken kapital som er arbeidende, og frykter at det vil være enkeltpersonforetak og små aksjeselskaper som kommer dårligst ut av en slik ordning. Venstre vil heller bruke den samme reduksjonen på en generell heving av innslagspunktet i formuesskatten og gjeninnføre aksjerabatt. Det vil treffe de mange som urettferdig rammes av formuesskatten i dag. Da tenker jeg på pensjonister, de med lav eller middels inntekt, små bedrifter med betydelige driftsmidler og de som har reell vilje til å ville investere i norsk næringsliv og norske arbeidsplasser generelt – og småbedrifter spesielt. Jeg er enig i den kritikk som flere har reist om at den evaluering av skattereformen vi har fått presentert, og regjeringens oppfølging av den, i beste fall er mangelfull og subjektiv. Den viser behovet for et uavhengig finanspolitisk råd, som vi nettopp diskuterte tidligere i dag. Det må unektelig være litt rart for næringsminister Trond Giske, som stadig vekk gjentar at formuesskatten bør bort, å være vitne til regjeringens Her nevnes ikke ulempene denne særnorske skatten har når det gjelder verdiskaping og arbeidsplasser. Formuesskatten betyr at mange helt unødvendig må ta ut store utbytter og tappe bedrifter og arbeidsplasser for kapital, som burde og kunne vært brukt på investeringer, produktutvikling og økt verdiskaping. Heller ikke det faktum at formuesskatten betyr en kraftig diskriminering av norsk privat eierskap i forhold til utenlandsk eller statlig, synes å bekymre regjeringen og regjeringspartiene en smule – bortsett fra Trond For temmelig nøyaktig et år siden hadde vi en diskusjon i denne sal om forholdene for enkeltpersonforetak basert på et representantforslag fra Venstre om en helhetlig gjennomgang og et representantforsalg fra Høyre om å innføre en ordning med investeringsfond for enkeltpersonforetak. Det var en rimelig selsom opplevelse. Finansministeren var – som alltid – rund i kantene og viste til nettopp den innstilling vi i dag behandler. Han sa også: at vi nå også skal evaluere skattereformen fra 2006, er en imøtekommelse av at det kan være ting som har endret seg siden 2006, og som gjør at en må se på dette med kapitaltilgang bl.a. til enkeltmannsforetak i lys av det. Jeg vil ikke forskuttere evalueringen, men jeg skal love at jeg også skal ta med meg de synspunktene» – som opposisjonen her gir uttrykk for. Mer forvirrende var det hva regjeringspartiene mente: Representanten Lars Egeland fra SV var generelt imot enkeltpersonforetak og sa sågar at SV vil «bekjempe en utvikling der folk som har vært tilsatte, går til Representanten Lundteigen fra Senterpartiet lovet at Senterpartiet skulle kjempe knallhardt for en fondsordning i forbindelse med den kommende evalueringen. Han sa bl.a. at beskatningen av næringsvirksomhet burde tilrettelegges, slik at den blir gunstigere for enkeltpersonforetak enn for aksjeselskap, i hvert fall ikke motsatt. Det er nøyaktig stikk i strid med det representanten Lundteigen og Senterpartiet går god for i dag. Og representanten Eldegard fra Arbeiderpartiet toppet det hele med å påstå at det bare var for enkeltpersonforetakene å omdanne seg til AS dersom det var så viktig dette med å kunne sette av kapital. Det siste minner om svært manglende innsikt i og forståelse av enkeltpersonforetakenes hverdag, og det faktum at mange – ikke minst innenfor landbruket – ikke har mulighet til å omdanne seg til AS. De to første, Senterpartiet og SV, viser den totale forvirringen som hersker internt i regjeringen om politikk og virkemidler – og ikke minst holdninger – overfor de minste Jeg hadde virkelig håpet, på bakgrunn av de signaler som kom fra finansministeren, og ikke minst fra representanten Lundteigen for ett år siden, at vi i dag kunne gjenopprette en urett overfor enkeltpersonforetakene, men nei. Skattereformen fra 2006 har svært mye bra og fornuftig ved seg. Vi kunne gjort den enda bedre i dag. Det er en mulighet som regjeringspartiene dessverre lar gå fra seg. Det går ut over norsk næringsliv generelt, og enkeltpersonforetakene spesielt. Forhåpentligvis er det bare et tidsspørsmål før dette kan endres permanent. Det kan velgerne gjøre noe med allerede om to år. Det blir åpnet for replikkordskifte.
Både i innstillingen og i sitt innlegg tar representanten Raja til orde for endring i formuesskatten – dette selv om evalueringen viser at de siste års forbedringer i formuesskatten er avgjørende for den gode fordelingsprofilen skattesystemet nå har. Partiet Venstre har historisk sett stått sammen med Arbeiderpartiet i utviklingen av velferd og utjevning. Skattepolitikken er en viktig del av utjevningspolitikken. Evalueringen viser nå at vi har klart å få et skattesystem som sørger for at alle bidrar etter evne, også de rikeste i landet. Kan representanten Raja si seg enig i at dette er bra, og at man med dette har nådd et viktig utjevningspolitisk mål? Venstre har en stolt og viktig tradisjon i å utvikle velferdsstaten. Vi har en god historie å vise til der, og vi er også for en utjevnende politikk. Når det gjelder å fjerne formuesskatten, er det viktig å nevne at hele tanken til Bondevik II-regjeringen i forbindelse med innføringen av en ny skattemodell i 2006 var at formuesskatten skulle avvikles. Denne regjeringen har valgt å videreføre og beholde formuesskatten. Det er her norsk næringsliv kommer dårligere ut av skattereformen. Næringslivet aksepterte den gangen utbytteskatt mot at formuesskatten på sikt skulle bli avviklet. Slik har det ikke blitt. Jeg mener at slik formuesskatten i dag er, er det faktisk med på å hindre næringsliv. Slik sett er det også med på å minske inntektene til det offentlige og dermed mulighetene for at vi kan gjøre de gode velferdstiltakene som jeg er sikker på at representanten Kristoffersen ønsker å gjøre, og som iallfall Venstre særlig ønsker å gjøre på velferdssiden.
Som jeg sa i stad, lå det i opplegget fra Bondevik II-regjeringa, som Venstre var en del av, at man skulle gi skattelettelser primært til de ti prosentene som befinner seg øverst i samfunnspyramiden. Så overtok vi, og gjorde endringer som innebar at vi ga skattelettelser til alle andre enn de ti prosentene som befant seg øverst i En annen side ved fjerning av formuesskatten, som også Venstre her har tatt til orde for, er at de aller fleste milliardærer i Norge ville ende opp som nullskattytere. Ser representanten Raja at man kan få et forklaringsproblem overfor folk flest når vi inviterer til et spleiselag hvor man skal yte etter evne, og de som virkelig kan yte, ikke skal være med på å Så lurer jeg også på hvilke skatter representanten Raja har tenkt å øke for å kompensere for inntektsbortfallet, som utgjør ca. 13–14 mrd. kr når formuesskatten skal fjernes. Her om dagen sa en partikollega av representanten Thorkildsen at jeg som vara jo ikke hadde noen særlig kompetanse på det feltet som vi den gang snakket om. Men når jeg nå først har fått tid likevel, vil jeg benytte anledningen til å svare, ut fra det lille jeg kan. er ikke for nullskattytere, og vi vil gjerne være med på å drøfte hvordan vi kan være med på å avskaffe formuesskatten og samtidig unngå nullskattytere. Det er faktisk det samme som næringsminister Giske står for. Når det gjelder dette med formuesskatt, så er det faktisk en myte, representant Thorkildsen, hvis jeg får lov til å påpeke det, at det bare er rikingene som betaler formuesskatt. av dem som betaler formuesskatt i 2011, er faktisk pensjonister og trygdede, og 24 pst. av dem som betaler formuesskatt, tjener mindre enn 500 000 kr. Så det å si at dette er for rikingene, mener jeg er å underslå en sannhet. Dette rammer faktisk de svake svært hardt, og derfor vil vi i Venstre være med på å fjerne den
Historisk har Venstre stått for skatt etter evne. Imidlertid har det de siste åra skjedd noe fundamentalt, bl.a. det som nå blir framført, at en nå prinsipielt går imot formuesskatt. En erkjenner jo da sjølsagt at eiendomsskatt kommer i og en erkjenner jo da at hele finanskapitalen slipper unna skatt på akkumulerte verdier. Det er en sterk høyredreining i et tidligere radikalt parti. Jeg er imidlertid glad for at Venstre har fokus på de sjølstendig næringsdrivende. Når en så ikke har fått fjernet formuesskatten, er det noe rart at en da ikke ønsker å gå inn og restaurere formuesskattens prinsipper, slik at driftsmidler, i dag formuesskattlegges, slipper formuesskatt fordi de ikke gir noen arbeidsfrie inntekter. Kan representanten forklare hvorfor partiet vil fjerne hele formuesskatten, innføre fritak for finanskapital, og ikke restaurere Jeg takker Lundteigen for å påpeke at Venstre har en stolt tradisjon med å innføre gode velferdsordninger. Vi er selvfølgelig for at folk skal betale skatt – det skulle jo egentlig bare mangle. I motsetning til regjeringen, som representanten Lundteigen representerer, vil vi ha et grønt skatteskifte, hvor formuesskatten inngår. Vi vil ha mer skatt på forbruk og miljøfiendtlig atferd og mindre skatt på sparing og eierskap og investering i og arbeidsplasser. Så har jeg lyst til å si at vi trenger ikke nødvendigvis å velge mellom skattelette til de rike og lavtlønte. Jeg viser til Venstres alternative budsjett, hvor vi prioriterer både dem med lav inntekt og redusert formuesskatt. Vårt skatteopplegg er faktisk mye nærmere Senterpartiets primærstandpunkt enn regjeringens eget, og det bør jo egentlig være standpunktet for spørsmålsstilleren.

skattesystem som sådant: Det kan være mange formål med et skattesystem, men det er i hvert fall tre viktige formål som jeg tror det er verdt å understreke. Det ene er at en skal skaffe fellesskapet inntekter. Det skal skje på en mest mulig effektiv og rettferdig måte, og det skal også være slik at skattesystemet skal gjøre at lønnsomhet før og etter skatt er mest mulig lik. Dette var prinsipper som lå til grunn for skattereformen i 1992, som undertegnede kjenner godt til. Jeg kom dessverre litt for sent inn igjen i forhold til det aktive arbeidet rundt skattereformen i jeg synes er veldig positivt, er at en har videreført mange av grunnprinsippene fra skattereformen i 1992. Ett slikt grunnprinsipp er behovet for å ha et mest mulig enkelt skattesystem, å ha et skattesystem med et bredt grunnlag og med lavest mulige satser. Det i seg selv tror jeg er et kjennetegn ved det norske skattesystemet som gjør at det norske skattesystemet står seg godt i internasjonale sammenhenger – vi har et skattesystem som er robust, og som står seg over tid, og som oppfyller mange viktige mål ellers i den økonomiske politikken. Jeg har bitt meg merke i en veldig god merknad på side 17 i innstillingen. Der sier komiteens flertall – alle unntatt medlemmene fra registrerer at Skattereformen 2006 synes å ha vært vellykket.» – Det er undertegnede enig i. – «Tilpasningsmulighetene i det gamle systemet er i all hovedsak fjernet. Hvor mye man betaler i skatt, avhenger nå langt mindre av hvordan arbeidsinntekten er opptjent eller virksomheten organisert.» Dette er et veldig godt sitat, som på en måte noe av det som er kvaliteten ved det norske skattesystemet, at det er relativt sett bred enighet om de grunnleggende trekkene i skattesystemet. Men så er vi uenige om satser og en del andre ting. Jeg vil også påpeke at jeg tror det perfekte skattesystemet som er rettferdig for alle, og som alle er 100 pst. fornøyd med, ikke er oppfunnet. Det kommer heller ikke til å bli oppfunnet, for skattytere er forskjellige, og bedrifter er forskjellige. Jeg synes egentlig at vi i fellesskap skal være stolte over at vi har et skattesystem i verdensklasse. Det synes jeg det er verdt å understreke i dag. En av de tingene man gjorde i forbindelse med skattereformen, var at man jevnet ut de høyeste skattesatsene ved å redusere skatten på lønn og innføre utbytteskatt. Det var bred enighet om at denne løsningen langt på vei stenger muligheten for å omdanne høyt beskattet arbeidsinntekt til lavt beskattet utbytte ved å utnytte de svakheter som var i delingsmodellen, og som for øvrig fikk veldig rosende omtale da den kom i 1992, men som ble litt dårligere etter hvert. Jeg mener at reformen har lagt til rette for at viktige beslutninger om investeringer, finansiering og virksomhetsform tas ut fra det som er fornuftig forretningsmessig, og ikke ut fra det som gir lavest skatt. I tillegg til at reformen bidrar til å løse et omfattende tilpasningsproblem, viser også analysene at lettelsene i lønnsbeskatningen har bidratt til økt arbeidstilbud. Ja, det er en viss dynamikk i det, det er det vel ingen som har sagt at det ikke er. Så er det noen problemstillinger som jeg mener at vi bør legge bak oss. av disse er den diskusjonen som har pågått i veldig mange år om fritak for såkalt arbeidende kapital. For eksempel vil bankinnskudd, som sjelden blir omtalt som arbeidende, kanaliseres til produktiv virksomhet gjennom kapitalmarkedene. Så et fritak for arbeidende kapital vil svekke formuesskattens fordelingspolitiske betydning vesentlig. Et fritak for alle næringseiendeler, også for aksjeformue, ville gitt et provenytap på rundt 6 mrd. kr i 2011. Det er et faktum at om lag 30 pst. av lettelsen ville ha gått til et lite mindretall med mer enn 3 mill. kr i bruttoinntekt. Fordelingsvirkningen av skattesystemet er viktig for at folk flest skal oppfatte at skattesystemet er rettferdig. Det bidrar til å skape større legitimitet i skattesystemet, men jeg vil også hevde at det bidrar til at produktiviteten i økonomien er bedre enn det den ellers ville ha vært. Et tema som man – selvsagt – stadig kommer tilbake til, er at norske bedrifter utarmes av skatte- og avgiftssystemet. Så langt jeg har kunnet observere, er avgiftssystemet. Så langt jeg har kunnet observere, er ikke det den generelle meldingen vi får tilbake fra norsk næringsliv og internasjonale undersøkelser. Tvert imot er det slik at Norge generelt sett anses som et godt land å investere i, drive næringsvirksomhet i, og skattesystemet Så synes jeg også det er verdt å peke på at vi i den perioden som har gått fra 2006 og fram til i dag, har hatt en kraftig vekst i sysselsettingen. Vi har hatt en god vekst i norsk økonomi – vi fikk en mindre nedtur i forbindelse med finanskrisen enn mange andre land. Det skulle også tilsi at vi både har et solid næringsliv og har et skattesystem som bidrar til sysselsetting og arbeid, og det skal vi være veldig glade for. Så er det enkeltproblemer som selvsagt kan løses. Det betyr f.eks. ikke at formuesskatten ikke kan bli bedre, og at endringer i formuesskatten kan sikre en enda bedre balanse mellom hensynet til fordeling og hensynet til næringslivet. Det har også vært bakgrunnen for de endringer som regjeringen har foreslått og fått vedtatt i formuesskatten, med sterk økning i bunnfradraget, som har gjort at hundretusenvis enten har fått mindre formuesskatt eller har fått formuesskatten helt fjernet. Selv om evalueringen viser at vi har – og bekrefter at vi har – et velfungerende skattesystem, er det behov for justeringer og forbedringer. Det vil vi jobbe videre med, bl.a. fjerne regelen om korreksjonsinntekt, endre 3 pst.-regelen i fritaksmetoden slik at bare utbytter blir omfattet, og vi skal jobbe videre med et forslag til en regel som avskjærer fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper. Det er også viktig at vi jobber med slike spørsmål. Dette er ting som jeg vil komme tilbake til i de årlige budsjettoppleggene. Så til slutt litt mer om dynamiske effekter. Dette er jo et spørsmål som har vært inne i replikkveksling tidligere i dag, og en er selvsagt opptatt av at en skal prøve å ivareta dette i budsjettarbeidet. Men det må gjøres på en forsvarlig måte, for det er ikke noe forhold Såkalte dynamiske virkninger er ting som kan oppstå over tid. Selv ved det som er gjort i Sverige med det såkalte jobbfradraget, er det usikre beregninger. Blant annet er et utvalg, som vi har vært innom tidligere i dag, noe mer skeptisk til virkningen enn det som kan synes gjennom intervju med folk fra det svenske finansdepartementet, som det var vist til i Aftenposten for noen dager siden. skatter og avgifter påvirker folks beslutninger om å arbeide, investere og etablere virksomhet er viktige hensyn i regjeringens skatte- og avgiftspolitikk. Men det er usikkerhet om størrelsen og hvor fort de blir gjort gjeldende. Derfor er det mitt syn at en heller bør ligge på den konservative siden når det gjelder å budsjettere virkningen av såkalt dynamiske skatteeffekter, enn å gå for langt. For det er bedre å ha noe å gå på, for vil uansett være usikre. Så helt til slutt: De gode resultatene fra evalueringen av skattereformen viser at et stabilt og robust skattesystem basert på noen gjennomtenkte og gode prinsipper er viktig for å ha gode rammevilkår for næringslivet og for å sørge for at fordelingspolitiske hensyn ivaretas. Oljebeskatningssystemet, som har stått så å si uendret fra 1992, og som bidrar til langsiktige og forutsigbare rammevilkår for en viktig del av norsk næringsliv, er et godt eksempel på det. Det er grunnlag for optimisme med tanke på å bevare de systemegenskapene ved et skattesystem som gjennomgående har gitt gode resultater
replikkordskifte. Jeg kommer tilbake til dynamiske effekter igjen. Nå har vi fått representanter fra Arbeiderpartiet i salen til å innrømme at det finnes dynamiske effekter, og det er jeg veldig glad for. De sier at de har ment det hele tiden, og det er greit nok, det. Men da er det jo ganske sentralt at man finner ut hvor disse dynamiske effektene er størst. Når statsråden i sitt innlegg sier at det må gjøres på en forsvarlig måte, antar jeg at kanskje den mest forsvarlige måten å gjøre det på er gjennom Finansdepartementet. Derfor fremmer vi i dag et forslag om at Finansdepartementet faktisk gjør det. Men så slutter ikke representanten Breen og representanten Micaelsen seg til det, og da blir jeg litt overrasket over det statsråden faktisk mener. Men gjerne for meg, og for oss, og for dem som stemmer for dette forslaget, om det er på den konservative siden. La det gjerne stå 5 pst. til 20 pst., og nærmere 5 pst. – det er greit for meg. Vi ønsker å få en bekreftelse gjennom erfaringer som departementet kan gjøre gjennom det apparatet de har, og de kan gjerne ta erfaringer fra Sverige og si at det tar flere år før de ordentlige effektene kommer til syne. Vil statsråden være med på det? Det fins dynamiske virkninger, det mener også Arbeiderpartiet, men de kommer over tid. dynamiske virkningene ligger i at de kan påvirke det vi kaller arbeidstilbudet, at folk stiller arbeidskraften sin til rådighet og gjør at det slik sett blir flere sysselsatte. Men det å påvirke arbeidstilbudet kan jo skje på flere måter – gjennom utdanning, barnehager mv. Hovedpoenget er at skattelettelser ikke er selvfinansierende. Det er ikke krone for krone. Jeg viste også til det som de nå sier i Sverige, at det er stor usikkerhet i måten dette jobbfradraget virker på, og dette økonomiske rådet i Sverige er faktisk noe mer usikre på det enn det svenske finansdepartementet. Hvis det er ønske om en mer grunnleggende diskusjon om dynamiske skattevirkninger, kan jeg godt medvirke til det, men jeg skal ikke stille noen store forhåpninger. Jeg tror statsråden sa noe sånt som at det var få signaler om at næringslivet ble Da må han ha vært i andre fora enn det jeg har vært, for det er vel få ting som er så ofte oppe på agendaen i næringslivssammenheng som formuesskatten. Bernander fra NHO sa jo under høringen at formuesskatten nå seiler opp som sak én for næringslivet når man forhører seg rundt i medlemsmassen. Jeg er på mange måter enig i mange av de betraktningene statsråden gjorde seg rundt arbeidende kapital. Det viser også evalueringen. Man vil fjerne mye av beskatningen på dem med aller høyest inntekt, men formuesskatten vil fortsatt ligge der for dem med mellominntekter og lave inntekter, pensjonister og andre. Ser ikke statsråden at formuesskatten er en ren diskriminering av norsk privat eierskap og Ser ikke statsråden at formuesskatten er en ren diskriminering av norsk privat eierskap og sånn sett svekker grunnlaget for ny verdiskaping rundt omkring i landet? Det jeg sa i innlegget mitt, var at det er ikke den generelle tilbakemeldingen fra norsk næringsliv og internasjonale undersøkelser at skatte- og avgiftssystemet det næringspolitiske landskapet i Norge. Det var i grunnen det jeg sa, og det står jeg fast ved. Det er bare å se på de resultatene som denne økonomien skaper, med lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltakelse og en enorm vekst i antall sysselsatte – rundt 250 000 fra 2005 – hvor brorparten av jobbene er skapt i privat næringsliv. Jeg tror det er viktig at man slår av litt for kjentfolk, men samtidig innser jeg at formuesskatten har noen sider som det er nødvendig å se på. Det er også noe av grunnen til at denne regjeringen har fjernet eller redusert formuesskatten for 900 000. Andelen som betaler formuesskatt, er redusert fra 34 pst. til 17 pst. av det totale antallet skattytere i løpet av perioden fra 2006. Det er godt vi har noen små punkter – relativt små i det store og hele – å kjempe litt om, og formuesskatten er jo en av dem. Spørsmålet er, siden finansministeren la så stor vekt på fordelingsvirkningene av formuesbeskatningen, om den er viktigere enn et system som fremmer kapital til norske bedrifter og dermed fremmer norske arbeidsplasser og vekst i dem. Det er vel kanskje litt ut fra hvilket ståsted man har. Næringsministeren er jo helt klar på at han mener at dagens formuesbeskatning er en hemsko for norsk næringsliv. Han burde vel i hvert fall ha en viss realitetsorientering mot de miljøer han er i. Mitt spørsmål er: Er han da på bærtur, eller har han glemt den rød-grønne versjonen av fordelingspolitikk? Presidenten er svært i tvil om ordet «bærtur» er et parlamentarisk uttrykk, men vi får høre på statsråd Johnsens svar. I mange sammenhenger er «bærtur» et positivt ladet begrep, i den forstand at det å bidra til selvberging gjennom å plukke bær i skauen ikke er så dumt. Men tilbake til skatt. Det som er viktig, er at denne regjeringen har ingen planer om å avskaffe formuesskatten. Det er punkt én. Grunnen til det er at formuesskatten har en viktig som gjør at legitimiteten til skattesystemet øker. Derimot har denne regjeringen både forbedret og vil jobbe videre med å forbedre formuesskattesystemet. En forbedring skjer bl.a. gjennom at en har økt bunnfradraget kraftig, noe som ikke bare kommer personer til gode, men også selvsagt kommer bedrifter som har små formuer, til gode, og som på den måten har sluppet formuesskatt. Det er andre ting i skattereformen som også er viktig i den sammenhengen. Skjermingen er et viktig bidrag til å bidra til kapital til norsk næringsliv. Vi skal jobbe videre med å forbedre formuesskatten, men fordelingseffekten av formuesskatten er så viktig at den har vi tenkt å ta vare på. Finansministeren har flere ganger uttalt at det ideelt sett hadde vært en fordel hvis man kunne hatt den samme skattekreditten for enkeltmannsforetak som man har for selskaper. Det er ikke lett å få med seg hva det er som har forstyrret dette ideelle bildet i den evalueringen vi i dag diskuterer. Snarere burde det være slik at konjunktursituasjonen tilsa at det faktisk er mer aktuelt i dag enn da skattereformen ble innført i 2006. Kan finansministeren forklare meg den politiske begrunnelsen, og ikke den teknokratiske, for hvorfor Senterpartiet har gått på nok et nederlag i næringspolitikken, og hvorfor det er god politikk å diskriminere enkeltpersonforetakene kontra andre typer næringsvirksomhet, som f.eks. aksjeselskaper? Mitt syn og regjeringens syn er at det er ingen systematisk – for å bruke ordet – diskriminering av den ene foretaksformen framfor den andre, men det kan være ulike skatteregler når det gjelder forholdet mellom det å betale skatt her og nå og det å få utsatt skatt over tid. Men hvis man ser på skattebelastningen over tid tror jeg nok at den er ganske jevn, og det er ikke noen systematisk forskjell mellom aksjeselskaper og enkeltpersonforetak i den sammenhengen. Med andre ord: Det ligger ingen skattekreditt i det å være organisert som aksjeselskap, men samtidig vil det være slik at hvis man innførte et lignende system for enkeltpersonforetak, mener vi det bl.a. vil komplisere skattesystemet, og det er en av hovedbegrunnelsene for at vi har det slik som vi har i dag. Så det er ingen systematisk forskjellsbehandling over tid, selv om den ene selskapsformen har utsatt skatt. Finansministeren la vekt på at utviklingen av formuesskattesystemet skulle bidra til å balansere hensynet til fordeling og skatt. Finansministeren la vekt på at utviklingen av formuesskattesystemet skulle bidra til å balansere hensynet til fordeling og hensynet til næringslivet. Så langt har denne balanseringen innebåret at man har økt bunnfradraget til 700 000 kr – det er bra for Samtidig har man doblet skatten på arbeidende kapital – det er ikke bra for næringslivet. Med andre ord: Man har flyttet belastningen for formuesskatt fra – jeg holdt på å si – folk flest og over til skatt på arbeidende kapital. Så sier finansministeren at regjeringen vil fortsette å utvikle systemet for formuesskatt. Da er mitt spørsmål: Hvor vil man nå endre dette balansepunktet? Vil man gå enda lenger i retning av fordeling, hvor man øker bunnfradraget ytterligere og øker skatten på næringslivet? Eller vil man etter hvert begynne å redusere skatten på den arbeidende kapital, den som rammer næringslivet? Når det gjelder spørsmålet om å dele formuesskatten i to deler – altså en vanlig formuesskatt og en formuesskatt på arbeidende kapital så har regjeringen i evalueringen sagt at det ikke er aktuell politikk. Det som en vil jobbe videre med, er å se på muligheten for å gå videre etter de sporene man har gjort til nå, og det vil f.eks. innebære økte bunnfradrag. Men de konkrete endringer eller forbedringer som man ønsker å gjøre i formuesskatten, det er ting som man må komme med i forbindelse med de årlige budsjettoppleggene. Slik er det, og slik må det være i den sammenhengen. Men det å ha en formuesskatt som ivaretar viktige fordelingspolitiske hensyn, slik det nå kommer til syne gjennom evalueringen, er viktig for denne regjeringen, for det bidrar til at folk flest føler en større oppslutning om skattesystemet. Replikkordskifte er omme. Denne debatten om en – hva skal vi si – ganske stor sak som burde ha mye oppmerksomhet, og som har fått oppmerksomhet i dag, viser jo at i det store og hele er det ganske bred enighet rundt hva Stortinget vedtok i og at resultatene viser at det Stortinget gjorde, var bra. Resultatene viser jo ganske klart at inntektene til fellesskapet – felleskassen – har økt kraftig. Samtidig har vi fått bredere skattegrunnlag, relativt lave satser, fordelingen har økt; i det hele tatt er det, etter det jeg oppfatter, ganske bred enighet om at dette har vært bra. Da blir jo ofte debatten sånn som den har blitt i dag, at vi tar utgangspunkt i to – hva skal vi si – mindre deler av skattesystemet: Det ene er det jeg vil kalle et litt spesielt tema som i stor grad handler om om skattelettelser eller andre utgifter over statsbudsjettet er selvfinansierende, altså i hva slags grad man har det – og så er det selvfølgelig formuesskatten. Jeg skal bare ta noen korte betraktninger rundt de to siste som har vært mest fremme i debatten. For det første, formuesskatten: Er det sånn at man fra høyresiden har dekning for å si: I en periode vi nå har bak oss, med stor jobbkraft, mange nye arbeidsplasser, Europas laveste arbeidsledighet, den tredje høyeste sysselsettingsgraden i Europa – i en tid hvor vi har hatt formuesskatt – kan det forsvares å bruke såpass sterke ord som enkelte gjør, å kalle det næringsfiendtlig, tilhører ikke dem som mener at formuesskatten, som mange andre skatter og avgifter, er perfekt. Selvfølgelig har også formuesskatten sine skyggesider, men jeg mener det er urimelig når både resultatene tilsier det og norsk økonomi, hvis man bare kan gå og titte på det og peke på at her er det fullt mulig å drive god næringsvirksomhet med eller uten formuesskatt. Vi kommer jo heller ikke utenom det fundamentale spørsmålet som vi ikke får noe svar på. Jeg er av dem som forsvarer bl.a. inntektene til fellesskapet, at de er på 13–14 mrd. kr, selv om jeg får kjeft her og der for det. Jeg sier at det er nå en gang det, og vi bruker det til veldig gode formål. Men vi har altså de store opposisjonspartiene i denne salen som sier de vil fjerne den, og som ikke forteller hvordan de har tenkt å dekke det inn, som ikke forteller hvordan de har tenkt å møte debatten om at vi igjen kan få nullskattytere i Norge. Jeg bare minner om at 7 mrd. av de 14 mrd. kr vi får inn på formuesskatten betales altså av de 2,5 pst. rikeste i Norge. Når representanten Sanner, som jeg forstår har ordet etter meg, påpeker gjentatte ganger at skatten på såkalt arbeidende kapital er doblet, så er problemet bare at en del av det som representanten sammenlignet med, var jo – hva skal vi si objekter som hadde enten rabatt, egne regler, som gjorde at man selvfølgelig hadde lavere beskatning enn mange andre – aksjerabatt, skattebegrensningsregler, regler som vanlige folk ikke er i nærheten av å drømme om å få som spesialbehandling. Det er det vi har gjort. Selvfølgelig får jo det da noen effekter, men de pengene har vi altså kunnet bruke til å ta formuesskatten vekk fra – hva skal vi si – vanlige folk. Jeg ser gjerne både næringslivsledere, fagbevegelsen, norsk økonomi og norske bedriftsledere i øynene og sier at her i Norge har dere vist gjennom resultatene at det er godt å drive næringsvirksomhet i Norge – også med formuesskatt. Så til denne diskusjonen om dynamiske effekter, som vi kaller det – det er politikerspråk. Det det handler om, er: Når man gir ut én krone, enten over statsbudsjettet til en offentlig utgift eller en skattelettelse, hvor mye penger er det du da kan se for deg at du får tilbake? Det er egentlig det det koker ned til. Jeg kan gjerne ta en ny diskusjon om dette, men det som var det helt nye i fjor høst, var ikke om det finnes den typen effekter – selvfølgelig gjør det det – men det var at Fremskrittspartiet, basert på én enkelt selv definerte hva de kunne regne med å få tilbake når man ga ut én krone i skattelette. Det var noe helt nytt. Jeg skrev til og med et brev til disse forskerne og spurte: Er det tilfellet at landets største opposisjonsparti kan bruke disse tallene på den måten de gjør? De svarte selvfølgelig tilbake at det kan de ikke – det har man ikke dekning for. Jan Tore Sanner og Høyre har vært patent i dette spørsmålet tidligere, og er vanligvis meget glad i å være konservative og ordentlige med tall. Jeg utfordrer han igjen til å bekrefte at det er mitt inntrykk og ikke Christian Tybring-Gjeddes inntrykk som er det riktige. Representanten Gunnar Gundersen redegjorde for Høyres hovedsyn når det gjelder viktigheten av et skattessystem som stimulerer sparing, arbeid og investering, og viktigheten av at skattesystemet sikrer inntekter til fellesskapet. Jeg vil ta for meg to begreper, som jeg også mener er viktige i skattepolitikken, det ene er omfordeling og det andre er rettferdighet. For det første mener jeg det er viktig at skattesystemet skal ivareta en rimelig omfordeling. Derfor er Høyre mot flat skatt, og vi mener at det er riktig at vi som tjener mest, også prosentvis skal betale mest i skatt. Det jeg derimot har lyst til å ta grundigere tak i, er diskusjonen om formuesskatt og rettferdighet. Da vi gjennomførte skattereformen, innførte vi utbytteskatt. Utbytteskatten er en rettferdig skatt. Det er rettferdig og riktig at penger som tas ut av et selskap til privat forbruk, beskattes på samme måte som arbeidsinntekt. Det er rettferdig at de som tar ut store utbytter, også betaler utbytteskatt. Det som er urettferdig og sterkt urimelig, er at de personene som lar pengene bli stående i verdiskapende arbeid, i bedriften, i gården, i industrien – skal betale formuesskatt på den kapitalen som står og arbeider og som skaper verdier for fellesskapet! Så stilles spørsmålet: Hvordan kan man fjerne formuesskatten uten å innføre en ny skatt? Sannheten er at vi innførte en ny skatt – vi innførte utbytteskatten. Utbytteskatten drar i dag inn mellom 6 mrd. kr og 7 mrd. kr til fellesskapet. Det er det samme som skatten på arbeidende kapital. Så en nedtrapping av formuesskatten er langt på vei finansiert gjennom innføringen av utbytteskatten. Det var hele poenget med det grepet i den skattereformen som vi la frem. Jeg må ta en ting til når det gjelder formuesskatten, fordi det sies av og til at det ikke slippes noen nyheter i Stortinget, men det har faktisk finansministeren gjort i dag. Han bekrefter at regjeringen vil fortsette langs samme spor som man har gjort så langt. Det betyr økte bunnfradrag i formuesskatten for folk flest. Det er bra. Men det er svært bekymringsfullt hvis finansministeren nå har signalisert at man ytterligere vil skjerpe skatten på den kapitalen som står i bedriftene og arbeider og skaper verdier og arbeidsplasser. Så til inntektsskatten. Representanten Inga Marte Thorkildsen fortsatte etter mitt replikkordskifte å gjenta at SV er mot skattelette til de aller rikeste og for skattelettelser til dem som tjener minst. Sannheten er at SV i regjering – og det var faktisk det første finansminister Kristin Halvorsen gjorde – økte skatten på de lave og vanlige lønnsinntektene sammenlignet med Bondevik II-regjeringens forslag ved at man senket taket i minstefradraget. Samtidig opprettholdt SV de store skattelettelsene på de aller høyeste lønnsinntektene. Så fortsatte representanten Inga Marte Thorkildsen med å si videre at man i regjering hadde økt minstefradragene og bunnfradragene. Vel, det er riktig at man har økt bunnfradraget for formuesskatten, men den reelle endringen i minstefradragene for folk som har lønnsinntekt, har vært tilsvarende pluss-minus 0. Jeg har gått inn og sett på hva som har vært den reelle utviklingen, og sannheten er at den har vært fra minus 0,08 pst., som innebærer en skatteskjerpelse på 20 kr, til en økning i minstefradraget på 0,02 pst., det innebærer en skattelette på 4 kr. Så hvis det er det SV slår seg på brystet av, at man ett år i løpet av seks år har økt minstefradraget slik at det reelt sett innebærer skattelette på 4 kr i løpet av ett år, er det ikke mye å skryte av. For å summere opp: Det er viktig å opprettholde en omfordeling i skattesystemet gjennom inntektsbeskatningen ved at vi som tjener mest, også betaler mest. Det er viktig å øke minstefradragene, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe for dem med de lave og vanlige lønnsinntektene. Det er rettferdig å ha utbytteskatt, men det er urettferdig og urimelig at penger som står i bedriften, skal ilegges formuesskatt. Evalueringa av skattereforma syner gode resultat. Innføringa av utbytteskatt og forbetringar i formuesskatten har Evalueringa av skattereforma syner gode resultat. Innføringa av utbytteskatt og forbetringar i formuesskatten har gitt eit meir omfordelande og meir rettferdig skattesystem. Samstundes er skatten vorten mindre avhengig av om ein er tilsett eller driv eiga verksemd og av korleis næringsverksemda er organisert. Lågare skatt på arbeid har styrkt arbeidstilbodet, og utbytteskatten ser ikkje ut til å ha påverka selskapas finansiering. Dei administrative kostnadene er moderate. Under høyring i Stortinget var det òg stor semje om det meste i reforma. Rederiforbundet skriv i sitt at skattereformen 2006 har bidratt til at skattesystemet i større grad sikrer verdiskaping, effektiv ressursbruk og økonomisk vekst.» Dette er jo ein god attest. Ein annan høyringsinstans oppsummerte innlegga på ein annan måte: Dersom formuesskatten er det einaste folk her har noko å utsetja på, så må skattesystemet vera Eg vil difor seia nokre ord om formuesskatten, eg òg. Han gjev gode fordelingsverknader, og han er med på å bidra til eit progressivt skattesystem. For oss i Arbeidarpartiet er rettferdig fordeling eit mål i seg sjølv. Likevel ser eg at for enkelte små og mellomstore bedrifter kan formuesskatten vera ei utfordring, og spesielt i år med Difor er det veldig viktig for meg å påpeika det som står i meldinga, at regjeringa skal arbeida for endringar som bidreg til meir rettvis fordeling og betre rammevilkår for næringslivet. Regjeringa skal koma tilbake til det i dei årlege budsjetta sine. Det har vore mykje snakk om skatt på arbeidande kapital. Til dette er det å seia at det er vanskeleg å definera og avgrensa kva som er arbeidande arbeidande kapital all den tid banken låner pengane vidare til verdiproduksjon i bedrifter. Eit sånt forslag vil reversera dei gode fordelingsverknadene frå 2005, det vil gje store administrative utfordringar, og det opnar for skattetilpassing. På sikt kan det faktisk undergrava heile formuesskatten, ein skatt som i dag gjev oss meir enn 14 mrd. kr, pengar som me bruker til skule, helse og eldre. I Arbeidarpartiet er me opptekne av små og mellomstore bedrifter, og ikkje minst kvinnelege gründerar. Det er viktig å leggja til rette for at folk skal kunna starta opp og driva næringsverksemd her i Noreg. Mange, spesielt kvinner, startar gjerne enkeltpersonføretak. Difor er det viktig at ulike selskapsformer skal handsamast likt. Sidan eg kom inn i finanskomiteen har eg ofte her i stortingssalen høyrt på at ein – spesielt Venstre – snakkar om kor dårleg det er for enkeltpersonføretak i forhold til aksjeselskap. No har me fått dokumentasjon på at reforma har gjeve langt større grad av likebehandling av enkeltpersonføretak og aksjeselskap. Så har det vore diskusjonar om avsetningsfond for enkeltpersonføretak, for at selskapa skal kunna nytta utsett skatt som kapitalgrunnlag i verksemda. Me har av fleire årsaker valt å ikkje gå inn for dette, bl.a. at det kompliserer skattesystemet, og det skaper behov for auka kontroll og oppfølging gjennom rekneskap og revisjon. Og så: Når me t.d. snakkar om – som eg snakkar mykje om – kvinnelege gründerar og oppstart av bedrifter, er det kanskje andre element enn skatt og fond som er problemet og utfordringane det er likevel viktig at me forenklar systemet og at me heile tida har små og mellomstore bedrifter i bakhovudet når me lagar nye reglar, når me ser på skattesystemet. Difor har me t.d. i år – for ikkje så lenge sida – teke bort revisjonsplikta for små aksjeselskap, og me skal koma tilbake til fleire tiltak. Presidenten gjør oppmerksom på at vi er i ferd med å nå den reglementsmessige tiden for formiddagens møte. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det var representanten Torgeir Micaelsen som fikk meg til å ta ordet. Det var et voldsomt skryt han kom med av regjeringen. Det er for så vidt jobben hans, men det er faktisk viktig at man ikke ser seg helt blind på hvor fantastisk man mener dette landet går. Hvis du tar noen makrotall, er det altså én million mennesker som jobber i offentlig sektor. Det er 700 000 mennesker som har trygd som hovedinntekt. Det er 1,1 millioner pensjonister og det er 1,2 millioner barn og unge. Det er fire millioner mennesker. Vi er fem millioner mennesker i dette landet. Det er én million mennesker som jobber i privat sektor, og som skal skape alle de verdiene – i tillegg til Pensjonsfondet og handlingsregelen til statsråden – som skal sørge for all vår velferd. Da er det vår jobb å skape det aller beste grunnlaget slik at denne velferden og denne veksten kan øke. Da er det uklokt å ha en formuesskatt som jager enda flere private bedrifter ut av landet og legger arbeidsplasser andre steder. Vi må gjøre alt vi kan for å skape flinke gründere, for å få folk med høy utdanning og for å få privat næringsliv til å være i Norge. Det må være jobben vår, og én million i privat sektor mot fem millioner mennesker er for dårlig. Det burde vært langt, langt høyere tall enn som så. Og ikke nok med det: Det er alt det skrytet til representanten Micaelsen som gjør at vi skal bruke så mye penger på forbrukssiden på statsbudsjettet at vi ikke klarer å investere det som er nødvendig for å skape veksten når det gjelder infrastruktur, veier og alt det vi må gjøre for å få den nødvendige veksten som disse én million mennesker er tvunget til å skape. Nå står ikke jeg og sier at de som jobber i offentlig sektor, ikke produserer, ikke er flinke, ikke jobber hardt og ikke skal ha god lønn – det har ikke noe med det å gjøre – men poenget er at hvis alle jobber i offentlig sektor, er det ingen penger å fordele på velferdsoppgaver. Vi må være oppmerksom på privat sektor, og da må vi også legge til rette for at gründere og andre ikke skattlegges fordi de angivelig er så rike at vi andre blir så misunnelige at vi ikke klarer å gå rundt og se på det engang. Det må vi holde oss for gode til. Det er vårt mål å skape en bærekraftig utvikling i dette landet. Når det gjelder dynamiske effekter: Fremskrittspartiet har snakket om dynamiske effekter fra dag én. Fra dag én, fra vi ble etablert har vi snakket om dynamiske effekter, og vi har hele tiden bedt ulike regjeringer om å finne frem til tall som kan dokumentere hvor høye dynamiske effekter er på ulike type skattelettelser. Det har vært vårt formål. Og når vi da tviler man på at tallene er riktig. Man ringer til SSB for å få avkreftet at sånn kan det ikke være. Hvorfor kan ikke da Finansdepartementet – som nå heldigvis statsråden har sagt han skal – sette seg ned å beregne disse ulike dynamiske effektene, og så kan vi forholde oss til de tallene. Da skal Fremskrittspartiet også forholde seg til de tallene som produseres – så lenge de er fremkommet på dokumentert grunnlag. Neste – og siste inntegnede – taler er Per Olaf Lundteigen. Dersom det ikke blir flere som tegner seg til sak nr. 10, vil vi kunne gå til votering på formiddagens møte. Lundteigen, vær så god. Da jeg ba om ordet, var det bare for en kort kommentar til begrepet «rettferdighet». Jeg skal ikke dra opp noen ny diskusjon, president. Jeg er glad for at representanten Sanner på vegne av Høyre sier at er en rettferdig beskatning, det er vi helt enig i. Den har i tillegg den effekt at det vil lønne seg for bedriftseieren å holde overskuddet i selskapet. Rettferdighet i forholdet mellom formuesskatt og eiendomsskatt er imidlertid mye vanskeligere, sjølsagt fordi eiendomsskatt pålegges også den delen av næringslivet som har skatteobjekter som kommer inn under den. Den store forskjellen når det gjelder rettferdighet mellom formuesskatt og eiendomsskatt, er i hvilken grad finansformue spørsmålet står, og det regner jeg med at vi kan få rik anledning til å ta opp igjen senere. Dette er et veldig sentralt spørsmål i norsk skattehistorie og kommer også til å bli det framover. Jeg har ingen tro på at det blir noen annen diskusjon her framover heller. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Ingen har bedt om ordet. Da skulle vi være klare til å gå til votering. I sak

Takk

kan se

sett eksempler på

siden, og jeg

som til nå har